Dette får ikke bare alvorlige konsekvenser for den enkelte pasient, det er også dårlig ressursbruk på samfunnsnivå. En forutsetning for nasjonal kjernejournal er at den inneholder få og korrekte opplysninger. Som flere høringsinstanser har påpekt, bør kun nødvendig og relevant informasjon Regjeringen foreslår at nasjonal kjernejournal skal etableres for alle landets borgere, med reservasjonsmulighet. Det skal være samtykke til bruk av opplysningene, som flere har vært inne på. Regjeringen hevder at det i praksis ikke vil være mulig å innføre kjernejournalløsningen etter hensikten, om man ikke velger reservasjonsrett fremfor samtykke. Dette er et viktig argument, men flere tunge høringsinstanser tar likevel til orde for aktivt samtykke i stedet for reservasjon, herunder Legeforeningen, Psykologforeningen og Datatilsynet. Kristelig Folkeparti mener at selv om det skal kreves samtykke til bruk av opplysninger i kjernejournalen, er dette ikke godt nok. Dette begrunner vi i at det foreligger en rekke unntak fra det å spørre pasienter om samtykke. skal alt helsepersonell, både i spesialisthelsetjenesten og i primærhelsetjenesten, med tjenstlige behov få tilgang til kjernejournal uten å måtte gå veien om samtykke. Sett i lys av Samhandlingsreformens profesjonsnøytralitet vil potensielt et høyt antall helsepersonell ha en såkalt behandlingsmessig rett til innsyn i kjernejournal. Jeg mener at dette er Kun de yrkesgrupper som har direkte behov for å kjenne til pasientens medikamenter og allergier og ha oversikt over tidligere sykdommer, bør ha innsyn i kjernejournal. Om man hadde lovfestet at enkelte yrkesgrupper, f.eks. leger, sykepleiere, farmasøyter og tannleger, har innsynsrett, hadde Kristelig Folkeparti sett det som mindre problematisk å innføre reservasjonsrett fremfor samtykke. Det må være tungtveiende faglige grunner til at man som helsepersonell skal ha innsynsrett i kjernejournal. Det er også et poeng at kjernejournalen ifølge regjeringen sannsynligvis kommer til å inneholde svært omfattende opplysninger. Flere høringsinstanser påpeker at den kan bli for omfattende. Hvilke dataopplysninger som til sist skal lagres, er ennå uklart, det vil regjeringen håndtere gjennom forskrift. En reservasjonsbasert løsning vil nok gi de mest ressurssterke anledning til å sperre og reservere seg fra bruk av kjernejournal. De som derimot ofte trenger det mest, og som ofte trenger hjelp fra mange helseprofesjoner, vil ikke ha samme mulighet til å sette seg inn i hva kjernejournal innebærer for dem, og dermed kunne ta et reelt valg. Slik kjernejournalløsningen nå er skissert, må derfor Kristelig Folkeparti gå inn for en samtykkebasert løsning. Dersom et mindre antall helsepersonell hadde fått tilgang til kjernejournalen og den hadde fått et snevrere innhold, kunne også Kristelig Folkeparti vært enig i reservasjonsrett. I dette tilfellet er det hensynet til den medisinske forsvarlighet når det gjelder pasienten, og pasientens personvern som må veie tyngst, ikke hensynet til helsepersonell. Underveis i behandlingen av dette i komiteen å få regjeringspartiene til å avklare: Hva mener de med personell med «tjenstlige behov» – i en kommunesektor der vi i dag har profesjonsnøytralitet, og der mange med tjenstlige behov kanskje også vil være personell uten formell utdanning eller uten autorisasjon? Jeg har ennå ikke fått svar. Og det er ikke én gang jeg har spurt, men flere. Når så mye av loven er uklar og de fleste områder skal forskriftsfestes, og når vi likevel skal gjennomgå en piloteringsfase, er det for meg helt uforståelig at regjeringen går imot opposisjonens forslag om å komme tilbake til Stortinget med en ny sak etter piloteringsperioden. Å ekskludere Stortingets store mindretall er etter min mening både uklokt og arrogant, og jeg vil be helseministeren om at hun tenker seg om og ser på dette på nytt. Det er også i høyeste grad usikkert om man har gode nok IT-løsninger som kan ivareta de teknologiske og personvernmessige utfordringene som kjernejournalen vil by

hvor livsnødvendige opplysninger kan registreres. Venstre har like lenge vært opptatt av at opprettelsen av en slik journal rammes inn, slik at det klart fremgår at det kun er Venstre mener det er helt avgjørende at den enkelte pasient selv har kontroll på hvilke opplysninger som utveksles og registreres. Venstre støtter derfor forslag nr. 4, fra Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti, om at helseopplysninger bare kan registreres og behandles i en etter samtykke fra den registrerte. Jeg vil understreke at en kjernejournal vil kunne inneholde svært sensitive opplysninger, og at det kan være mange som vil få tilgang til denne journalen. For Venstre er det da selvsagt at det må foreligge samtykke for å opprette en kjernejournal. Jeg vil også varsle at Venstre kommer til å støtte forslagene nr. 1, 2 og 3, og at vi støtter opposisjonspartienes begrunnelse for disse forslagene, uten å gå nærmere inn på det.

kjernejournal. Regjeringen foreslår nå en ny bestemmelse i helseregisterloven som hjemler etablering av nasjonal kjernejournal. Forslaget vil øke pasientsikkerheten ved å gi bedre beslutningsgrunnlag for helsehjelp og forhindre skade på pasienten som følge av f.eks. feilmedisinering. Nasjonal kjernejournal skal bidra til å dekke behovet for rask og sikker tilgang til korrekt og oppdatert informasjon i helse- og Etablering av nasjonal kjernejournal er et stort prosjekt som vil måtte utvikles i flere faser. Det tas sikte på at første fase vil være tilgjengelig i løpet av 2013. Flere land har prøvd ut løsninger med kjernejournal. Landene har valgt ulike tilnærminger og innfallsvinkler. Løsningene er, etter min oppfatning, ikke direkte anvendbare i Norge, men erfaringene er verdifulle også for vårt arbeid. Nasjonal kjernejournal vil innebære at helsepersonell gis tilgang til et begrenset sett nødvendige og relevante helseopplysninger som er sammenstilt av ulike datakilder. Bare helsepersonell med tjenstlige behov skal ha direkte elektronisk tilgang til systemet, uten hinder av virksomhetsgrenser. Opplysningene skal også være tilgjengelige for pasienten. Kjernejournalen skal ikke inneholde pasientens komplette sykehistorie. Den skal heller ikke erstatte den ordinære pasientjournalen. Kjernejournalen vil likevel gi helsepersonell et vesentlig bedre informasjonsgrunnlag ved ikke-planlagte kontakter med helsetjenesten. Den vil også komme til nytte i flere planlagte pasientforløp. Ivaretakelse av pasientrettigheter og personvern står sentralt i forslaget. Kjernejournalen etableres uten krav Likevel vil deltakelse være frivillig ved at pasienten får rett til å reservere seg. Det gis ikke anledning til å reservere seg mot at enkeltopplysninger inngår i journalen – dette av hensyn til pasientsikkerheten. Men det åpnes for at hele journalen eller enkeltopplysninger kan sperres mot innsyn. Etter min mening vil reservasjonsretten og muligheten for å sperre enkeltopplysninger mot innsyn ivareta hensynet til den enkeltes selvbestemmelsesrett på en god måte. Kjernejournalen må oppleves som et nyttig verktøy med relevant og nødvendig informasjon. Det er kun helsepersonell som har en aktuell behandlingsrelasjon til pasienten, som kan gis tilgang til opplysninger i kjernejournalen. Selve bruken av opplysningene skal, som hovedregel, baseres på samtykke fra den enkelte pasient. Det er imidlertid foreslått en hjemmel for å gi bestemmelser om unntak i forskrift. Helseregisterloven gir den som er registrert, rett til innsyn i opplysninger om seg selv. Pasienten har også rett til innsyn i logg. Den samme retten til innsyn er foreslått også å gjelde pasienter med kjernejournal. Opplysningene i nasjonal kjernejournal vil i all hovedsak speile primærkilden. Dersom den registrerte ønsker å rette eller slette opplysninger i kjernejournalen, må dette som hovedregel Kongen i statsråd kan gi nærmere bestemmelser i forskrift om etablering, drift og behandling av helseopplysninger, også om rett til sperring av opplysninger. Det foreslås å forskriftsfeste enkelte særlige begrensninger i adgangen til bruk. Dette gjelder bl.a. arbeidsgivere og forsikringsselskap. Det er imidlertid ikke foreslått et forbud mot å bruke opplysningene i forskningsøyemed. Forskning er en viktig samfunnsinteresse som kan resultere i bedre helsehjelp. Slik virksomhet er strengt regulert bl.a. i helseforskningsloven. Hovedregelen er krav om samtykke fra den enkelte og forhåndsgodkjenning fra Den regionale komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk. Etablering av nasjonal kjernejournal er et viktig tiltak for å bedre pasientsikkerheten i Norge, og i ytterste konsekvens redde liv. Samlet sett gir forslaget pasientene mulighet til selv å kontrollere egne helseopplysninger og ivareta selvbestemmelsesretten på en god måte. Jeg er glad for at et flertall i komiteen støtter regjeringens forslag til lovgrunnlag for å etablere en slik kjernejournal. Det blir replikkordskifte. Fremskrittspartiet vil at jeg som person skal kunne gi mitt samtykke til å opprette og bruke data i en kjernejournal mens jeg er

oppegående? Jeg mener at det forslaget vi legger frem, er det mest forsvarlige med tanke på å oppnå det man ønsker å oppnå med en kjernejournal. Jeg synes på en måte at problemstillingen blir satt litt på hodet, for det er jo slik at disse opplysningene bygger på opplysninger som ligger i den enkeltes pasientjournal, enten den ligger hos en fastlege, eller den ligger på et sykehus.

på. Regjeringen legger opp til at en rekke viktige beslutninger om omfang og organisering skal forskriftsfestes. Dette burde etter vår mening vært gjort gjennom vedtak i Stortinget. Opposisjonspartiene har fremmet et forslag som slår fast at vi anser proposisjonen som midlertidig lovverk i forbindelse med piloteringen. Jeg vil spørre om ikke helseministeren vil komme tilbake med en sak til Stortinget om en permanent lovendring etter at piloteringsperioden er fullført og evaluert. Den bestemmelsen i helseregisterloven som forelås her, er en bestemmelse vi mener alvor med. Så er det slik at vi understreker at en del ting skal ut i forskrift. Den forskriften skal på bred høring og gir grunnlag for alle til å gi tilbakemeldinger. Så vil jeg også si at dette er et så stort prosjekt at det er helt naturlig å melde tilbake til Stortinget om hvordan dette går. Det er ikke noe problem å melde tilbake på egnet måte, men å komme med et nytt lovforslag, ja, det gjør vi hvis vi mener at loven må endres. Men denne loven mener vi at vi har jobbet så mye med, og vi er så sikre på at dette er riktig. riktig. Her er det mange land som har gått foran oss. Vi er egentlig ute i siste liten når det gjelder å få på plass en kjernejournal, som er særdeles viktig for pasientene i Norge. Som jeg sa i innlegget mitt, har jeg flere ganger fordi det ikke er nedfelt i proposisjonen – hva man mener med «helsepersonell med tjenstlig behov». Det siste som ble skrevet inn i innstillingen som et svar, ble det sagt, var følgende fra regjeringsfraksjonen: «Flertallet vil understreke at det bare er helsepersonell med tjenstlig behov ved ytelse av helsehjelp som kan gis tilgang til kjernejournalen, og at det bare kan gis tilgang til nødvendige og relevante helseopplysninger.» Det var omtrent det samme som sto i proposisjonen. Mitt spørsmål er: kan gis tilgang til nødvendige og relevante helseopplysninger.» Det var omtrent det samme som sto i proposisjonen. Mitt spørsmål er: Hvem vil man definere i forskriften til å ha tjenstlig behov i primærhelsetjenesten, f.eks.? I primærhelsetjenesten vil det f.eks. være en fastlege. Det kan være en sykehjemslege, og det kan selvfølgelig være en styrer og en sykepleier på et sykehjem. Jeg lyttet med interesse til

I helsesektoren har ein ofte behov for rask og riktig informasjon om pasientane. Ein nasjonal kjernejournal vil bidra til å dekkja det behovet. Alle partia er samde om behovet for ein kjernejournal, men det er diskusjon og usemje om utforming og premissane for bruken. Senterpartiet meiner det er viktig at kjernejournalen vil innehalda avgrensa sett vesentlege helseopplysningar, slik som proposisjonen legg opp til. Medikamentbruk er det viktigaste å ta tak i først. Oversikt over medikamentbruk må vera eit sentralt element i kjernejournalen. Enkelte høyringsinstansar, som Den norske legeforening og Kompetansesenter for IT i helse- og sosialsektoren meiner at dette er faktisk det viktigaste for pasientsikkerheita. Det er ein ting som er verre enn manglande medikamentliste, og det er feil medikamentliste. Det viktige er at medisinopplysningane som kjem inn i kjernejournalen, blir ajourførte og aktuelle, og så korrekte som mogleg. Eg les i proposisjonen at det første steget blir å henta ut informasjon om medikament ut frå medisin som er skriven ut og/eller henta på apotek. Det viktige er at vidare utvikling av kjernejournalen må bli å streva etter at medikamentlista mest mogleg tilsvarar det pasienten faktisk brukar av medikament kvar dag, og ikkje berre kva som er skrive ut og/eller henta ut på apotek. Opposisjonen kritiserer at lovforslaget ikkje er tydeleg nok på innhald og opplysningar i journalen. Eg synest at proposisjonen lagar gode rammer for det som Eg synest at proposisjonen lagar gode rammer for det som sidan i detalj skal skrivast inn i forskrift. Kritisk informasjon er i proposisjonen beskriven som informasjon som i ein gitt situasjon vil kunna ha avgjerande betydning for val av helsehjelp, og om slik manglar, kan det føra til fare for feilbehandling eller forseinka behandling. Eksempel er helsehjelp som er alvorlege allergiske reaksjonar, implantat, andre kritiske opplysningar om tilstandar som kan medføra medvitsreduksjon, eller akutte, alvorlege forverringar, kjende medfødde sjukdommar, eller om pasienten er inne i ein kritisk behandlingsprosess. Kontakt med helsetenesta skal også Forslaget skal ikkje innehalda pasientens komplette sjukehistorie. Det er eit viktig prinsipp at kjernejournalen skal innehalda eit utval av viktige opplysningar og skilja seg tydeleg frå den vanlege pasientjournalen. Dette meiner eg òg er tydeleg i det som er lagt fram i lovforslaget. Senterpartiet støttar altså at ordninga skal vera frivillig, utan krav til samtykke, men at utan krav til samtykke, men at den enkelte har rett til å reservera seg mot behandling av helseopplysningar i registeret. I kjernejournalen skal det òg gå tydeleg fram om ein person har reservert seg, og eg er glad for at fleirtalet i komiteen støttar dette synet. Til neste år er det varsla at regjeringa både skal leggja fram ei stortingsmelding om IKT i helsevesenet og ei stortingsmelding om kvalitet og pasientsikkerheit. Oppretting av nasjonal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

Knutsen får ordet på vegne av sakens ordfører, Audun Lysbakken, som er opptatt på annet hold. Det er brei oppslutning om å etablere et nasjonalt helsearkiv. Behovet er helt klart betydelig. Kartlegginga som er gjort av papirbaserte pasientjournaler, viste at disse samlet sett utgjør ca. 175 000 hyllemeter, i tillegg til annet materiale som film, video Til tross for at det foregår en viss digitalisering, er det et betydelig materiale vi her har, som må sikres forsvarlig oppvaring. Materialet kan også bli viktig for medisinsk forskning i tida framover. Det betyr at vi også må sørge for at de personvernmessige hensynene er godt ivaretatt, som de jo skal være når det forskes på helseregistre og denne type informasjon og materiale. Norsk arkivlovgivning pålegger offentlige arkiver å avhende arkivert materiale. Forslaget som her foreligger, går ut på at både pasientdokumentasjon fra offentlig spesialisthelsetjeneste og private helseinstitusjoner skal avleveres til det foreslåtte nye helsearkivet. Dette vil bli organisert som en del av det statlige Arkivverket og underlagt Riksarkivaren som forvaltningsmyndighet. Dette innbærer at dokumentene i helseregisterarkivet på samme måte som annen taushetsbelagt materiale som er underlagt Arkivverket, vil bli oppbevart i lokaler som er egnet for oppbevaring av slikt materiale, og hjemlet i det lovverket som gjelder på arkivområdet. Det er foreslått at det papirbaserte materialet i Norsk helsearkiv må Jeg har stor forståelse for at dette ikke er et forslag i proposisjonen. Det vil være en så krevende oppgave å kryptere dette papirbaserte materialet at den ressursbruken som måtte settes inn, må kunne betraktes som ganske uhensiktsmessig og nærmest umulig. Jeg har stor tillit til at det lovverket som gjelder for taushetsbelagt materiale,

helsearkiv. Denne saken omhandler både etablering av Norsk helsearkiv og lovregulering av kryptering knyttet til helseregistrene i loven. Det er helt klart at det er et stort behov for god sikkerhet rundt eldre, bevaringsverdige pasientarkiv, som i hovedsak omfatter døde pasienter. Men det betyr ikke at dette er arkivmateriale som det ikke er knyttet personsensitiv informasjon til, tvert imot. I dette arkivmaterialet vil det ikke bare finnes personsensitiv informasjon om døde pasienter, men også i høyeste grad om mennesker som lever i dag, gjennom at dette arkivmaterialet bl.a. inneholder informasjon om arvelige sykdommer, overgrep, familiehistorier mange typer informasjon som fortsatt er sensitiv for mennesker som lever i dag. Dette er en betydelig forbedring av sikkerheten rundt denne type pasientinformasjon ved at en samler den på ett trygt sted istedenfor å ha ulik oppvaring på ulike steder. spørsmålet som har vært en stor sak i Stortinget, bl.a. gjennom en høring i kontrollkomiteen knyttet til forståelsen av Stortingets vedtak om kryptering av helseregistre. Det som loven i dag gjør, er på mange måter å stadfeste det som var Helsedepartementet og regjeringens tolkning av Stortingets Fremskrittspartiet og Venstre er fortsatt uenige i dette. Vi mener at det er behov for å ha som hovedregel at personidentifiserbar informasjon skal krypteres separat. Men vi ser også at dette gir en del praktiske utfordringer knyttet til at en del av de eksisterende helseregistrene og at det vil ta tid før en får dette digitalisert. Vi har derfor et forslag som baserer seg på KITHs innspill i høringsrunden, nemlig at hovedregelen blir at dette skal være kryptert separat, men at det gis en forskriftshjemmel for et tidsbegrenset unntak som også kan gjelde fram til det papirbaserte materialet er digitalisert. Så er det en del spørsmål som har dukket opp i det siste knyttet til § 8 a og Norsk helsearkiv, om at det der ikke er tilsvarende krav til kryptering, heller ikke av arkivnøkkelen. Venstre har delt ut et forslag som kommer til å bli fremmet som Datatilsynet har også i høringsrunden gitt veldig klart uttrykk for at de mener at personvernhensyn knyttet til etableringen av et nasjonalt helsearkiv ikke er tilstrekkelig utredet. Høyre, Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet deler denne bekymringen. Vi ser at det kan settes spørsmålstegn ved hvorfor ikke arkivnøkkelen til Norsk helsearkiv også skal ha et krypteringskrav. Dette har vi imidlertid fått for dårlig tid til å gå inn i, fordi det er informasjon som vi er blitt oppmerksom på i det siste. Vi er i hvert fall veldig opptatt av at når en ser en utvikling framover der Norsk helsearkiv selvfølgelig også i framtiden vil måtte inneholde betydelige mengder elektroniske det er den type opplysninger som vil bli flyttet over til Norsk helsearkiv, vil det oppstå et behov for en diskusjon om hvordan vi kan sikre tilgangen til dette bedre. Derfor mener vi at regjeringen bør komme tilbake til Stortinget med informasjon om hvordan en skal ivareta hensynet til personvernet når en utarbeider forskrifter til § 8 a, bl.a. en konkret vurdering av behovet for kryptering av

gjennomgang av forslag nr. 1, som Kristelig Folkeparti støtter, så jeg tar ikke det opp igjen. Jeg har lyst til å vise til noe av det som Datatilsynet i sin høringsuttalelse til nytt helsearkiv skriver om at det ikke skal være kryptert. De sier bl.a. at helsearkivet vil stå for en enorm datafangst av sensitive opplysninger uten at man skal kunne gi sitt samtykke. Det skal oppbevares sensitive opplysninger. Det kan være psykiatriske diagnoser, genetisk informasjon. Det er uheldig for personvernet at man gjennom staten skal ha så mye kunnskap samlet på ett sted. Når det gjelder f.eks. lagring av genetisk informasjon, sies det bl.a. at dette ikke bare gir detaljert informasjon om den som er registrert i arkivet, men også om pasientenes etterfølgere, at dette kan gi genetiske opplysninger over generasjoner. Av den grunn er vi høyst usikre på om det er godt nok bare å få saken tilbake til Stortinget, noe vi også støtter fra Kristelig Folkepartis side, og som også representanten Bent Høie var inne på – at regjeringen må komme tilbake og vise til hvordan personvernet blir ivaretatt i Derfor har Kristelig Folkeparti tenkt å støtte Venstres forslag i dag. Den kanskje viktigste bakgrunnen for at jeg ønsker at vi skal gjøre det, er spørsmålet om hva dette arkivet vil være i fremtiden. Det vet vi lite om. Det skal i alle fall til å begynne med inneholde pasientopplysninger hovedsakelig fra men vi vet faktisk ikke hva det kommer til å være i fremtiden. Av den grunn mener jeg vi skal være føre var og gå til en kryptering, og så ønsker jeg at regjeringen skal komme tilbake til Stortinget med en sak. Forslaget vil dessverre bli nedstemt, men alternativt mener jeg at regjeringen absolutt bør komme tilbake til denne saken.

Å flytte kravet fra § 8 til § 16 har vi ingen mening om, men Venstre er uenig i departementets forståelse av kravet om kryptering. Kryptering ble vedtatt i forbindelse med opprettelsen av Norsk pasientregister på bakgrunn av «de betydelige personvernmessige ulempene et pasientregister på bakgrunn av «de betydelige personvernmessige ulempene et personidentifiserbart register innebærer». Venstre mener i likhet med de øvrige opposisjonspartiene at personvernet ikke ivaretas dersom ikke de personidentifiserende opplysningene lagres og krypteres separat. Kontroll- og konstitusjonskomiteen har gjentatte ganger spurt statsråden om hvordan hun forstår § 8 tredje ledd. Statsråden har svart at det og ikke ved annen behandling av helseopplysningene i de aktuelle registrene. Venstre har hele tiden ment at dette har vært en underlig lovforståelse og en betydelig svekkelse av krypteringskravet. Det er jo ikke bare lagring en personvernutfordring, men vel så mye bruken av registrene. Venstre er derfor skuffet over at stortingsflertallet gir sin tilslutning til Helsedepartementets forståelse av hvordan pasientopplysningene må krypteres. Venstre mener, som representanten Dåvøy, at Datatilsynets lovforståelse stemmer bedre med det som gjennom Stortingets behandling ble vedtatt i 2007. Venstre kommer derfor til å støtte forslag nr. 1, om at direkte personidentifiserende kjennetegn lagres kryptert og atskilt fra de andre registeropplysningene. Jeg vil så si noen ord om Norsk helsearkiv. Venstre slutter seg også til at det etableres et nasjonalt helsearkiv. Det er positivt at pasientarkiv fra spesialisthelsetjenesten skal lagres forsvarlig. I proposisjonen kan vi lese at den pasientdokumentasjonen som skal avleveres til Norsk helsearkiv, må lagres systematisk, slik at opplysninger om hver enkelt kan finnes igjen. Dette innebærer en samling av pasientdokumentasjon hos Norsk helsearkiv som vil bli et helseregister. Det står helt klart i proposisjonen. proposisjonen. Venstre mener at personidentifiserbare opplysninger skal lagres kryptert i helseregistre. Det mener vi også for helsearkivet. Venstre har derfor fremmet et forslag i salen som innebærer at personidentifiserbare opplysninger skal lagres kryptert i helsearkivet. Grunnen til at vi fremmer dette forslaget, er at vi mener personvernutfordringene knyttet til et nasjonalt helsearkiv ikke er tilstrekkelig belyst i proposisjonen. Proposisjonen legger opp til at helsearkivet skal bli personidentifiserbart. Venstre mener det må legges opp til en bedre sikring av sensitive opplysninger, noe som gjøres best gjennom å kryptere identiteten. Jeg synes det er underlig at proposisjonen ikke nevner at det har vært kritikk mot høringsforslaget. I punktet om høringsinstansenes syn, punkt 3.2.3, er det kun tre høringsinstanser som er nevnt, og alle var positive til forslaget. Jeg vil gjøre salen oppmerksom på at Datatilsynet kom med krass kritikk av at det lagres så mye sensitiv informasjon om døde personer på ett sted. Jeg har ikke tid til å gå grundigere inn på Jeg har ikke tid til å gå grundigere inn på dette, men jeg oppfordrer representantene til å gå inn på Datatilsynets hjemmeside for å lese mer. Representantene Bent Høie og Laila Dåvøy tok i sine innlegg opp at regjeringen på egnet måte må komme tilbake til Stortinget med informasjon om hvordan dette skal ivaretas når de utarbeider om hvordan dette skal ivaretas når de utarbeider forskriftene om helsearkivet. Det er jeg selvsagt enig i. Jeg håper at regjeringen da også vil se på muligheten for kryptering av registeret til Norsk helsearkiv. Selv om saksordføreren sier at dette er krevende og nærmest umulig, tar jeg opp Venstres forslag som er omdelt i salen. Jeg er glad for

ble det vedtatt å etablere et nasjonalt helsearkiv. Helsearkivet skal sikre forsvarlig oppbevaring og tilgjengeliggjøring av eldre, bevaringsverdige pasientarkiv fra spesialisthelsetjenesten. Norsk helsearkiv vil bli organisert som en egen enhet innenfor det statlige Arkivverket – som omfatter Riksarkivet, statsarkivene og Samisk arkiv. Det er behov for et regelverk som tar hensyn til spesielle utfordringer knyttet til bevaring av arkivmateriale fra spesialisthelsetjenesten. Arkivverket har bred erfaring med bevaring og sikring av sensitivt arkivmateriale, herunder materiale av betydning for rikets sikkerhet fra Forsvaret. For dette materialet gjelder det ikke noe krav om kryptering. Helsearkivet vil inneholde store mengder pasientdokumentasjon om døde personer, Utgangspunktet for dette arkivet er 175 000 hyllemeter. I materialet finnes et utall enkeltdokumenter med navn og fødselsnummer. Det lar seg ikke gjøre å kryptere disse papirdokumentene. Det at vi nå bygger et eget bygg for å ta vare på dette materialet, er en betydelig forbedring av dokumentsikkerheten. Jeg har tillit til at Arkivverket vil sørge for sikker oppbevaring, gode systemer og rutiner for tilgang til opplysninger i helsearkivet, slik helseregisterloven forutsetter. Det vil bli gitt en forskrift om helsearkivet, hvor personvernhensyn og informasjonssikkerhet vil bli godt ivaretatt. I Prop. 99 L for 2011–2012 foreslår regjeringen nødvendige lovendringer i forbindelse med etablering av helsearkivet. Jeg viser til at en samlet helse- og omsorgskomité støtter de lovendringene. Alle pasienter har rett til innsyn i pasientjournalen sin. Ingen skal være bekymret for at journalen deres kommer på avveie. Statens helsetilsyn skrev i oktober 2010 til departementet at en del pasienter ikke har fått innsyn i pasientjournalen sin fordi helsepersonellet som har ført journalene, har fått tilbakekalt autorisasjonen. Regelverket må innrettes slik at en sikrer at alle pasienter kan få innsyn i journalene sine, og Dette må også gjelde når helsepersonell har fått tilbakekalt eller suspendert autorisasjonen, lisensen eller spesialistgodkjennelsen sin. Statens helsetilsyn må få hjemmel til å pålegge denne gruppen helsepersonell å levere inn pasientjournalarkivet til Fylkesmannen. Regelverket bør åpne for at disse pasientjournalarkivene kan deponeres i Norsk helsearkiv etter en tid. Helsearkivet vil være svært godt rustet til å forvalte slikt materiale. Helsetilsynet bør kunne gi pålegg om at pasientjournalarkiv blir levert direkte til helsearkivet, dersom dette er hensiktsmessig. Videre bør departementet kunne gi nærmere regler, bl.a. om vilkår for å gi pålegg om innlevering i forskrift, dersom det skulle være nødvendig. Regjeringen foreslår i Prop. 99 L for 2011–2012 en ny § 62 a i helsepersonelloven om dette. Jeg viser til at en samlet helse- og omsorgskomité støtter forslaget. forslaget. Det er et krav i helseregisterloven § 8 tredje ledd at direkte personidentifiserende kjennetegn skal lagres kryptert i nærmere angitte sentrale helseregistre. Departementet og Datatilsynet har ulik oppfatning av innholdet i dette kravet. Derfor varslet jeg under stortingsbehandlingen av Innst. 338 S fra kontroll- og konstitusjonskomiteen et lovforslag som presiserer hvordan dette kravet skal forstås. Proposisjonen presiserer at personidentifiserende kjennetegn ikke må skilles fra andre registeropplysninger og krypteres separat. Videre presiseres det at kravet om kryptert lagring er et sikkerhetskrav – ikke et krav om registerform. Det foreslås å flytte dette kravet fra helseregisterloven § 8 til § 16. Denne bestemmelsen regulerer det ansvaret som databehandlingsansvarlige og databehandlere har for at informasjonssikkerheten er tilfredsstillende når helseopplysninger blir behandlet. Personvernhensynet skal ivaretas når helseopplysninger behandles. Kravet om kryptert lagring er et minimumskrav som må anses å være oppfylt dersom direkte personidentifiserende kjennetegn blir kryptert og lagret – enten separat eller sammen med andre registeropplysninger. Kravet om kryptert lagring må ses i sammenheng med den totale informasjonssikkerheten og tas med i vurderingen av om denne er tilfredsstillende. Dette vil gå tydeligere frem når kravet flyttes fra helseregisterloven § 8 til § 16. Det blir replikkordskifte. Fremskrittspartiets syn og forslaget er jo godt ivaretatt i representanten Høies innlegg. Men i innlegget til Høie

kommer til å bli tilført dette arkivet, vil en gang i fremtiden i større og større grad bli digitale – altså ikke bare være på papir. Det øker også mulighetene for kryptering. Spørsmålet blir da om statsråden vil følge denne situasjonen nøye og komme tilbake til Stortinget når disse forskriftene skal lages. Jeg merker meg at i begge disse sakene ønsker Stortinget sakene tilbake. Jeg tar det på fullt alvor når jeg fremmer saker for Stortinget – og ser ikke noe behov for å komme tilbake til Stortinget med det. Men jeg er jo selvfølgelig alltid opptatt av at Stortinget skal få den informasjonen som Stortinget ønsker – og på egnet måte. Når det gjelder denne saken og den saken om kryptering, er det saker jeg selv har varslet, de formuleringene som var i § 8 i helseregisterloven, om kravet til at personidentifiserbare opplysninger skulle lagres kryptert, har skapt uklarhet. Det mener jeg at jeg har klargjort i dette forslaget. Jeg kan ikke presisere det på noen annen måte. Jeg ser at opposisjonen er uenig i dette og mener at man bør lagre separat.

Det er jo en av grunnene til at regjeringen går inn for at kravet om kryptering kun skal gjelde registre. Det er også situasjonen for nasjonalt helsearkiv, at det er papirbasert. Hva er da bakgrunnen for at regjeringen ikke foreslår at registeret til nasjonalt helsearkiv skal være kryptert? Nasjonalt helsearkiv vil ha noen registre, som representanten Høie sier, med en form for arkivnøkkel og tilgang til spesiell dokumentasjon, angivelse kanskje en aggregert informasjon om den enkelte journal. Det er ikke noe problem å lagre dette kryptert, men det blir veldig uhåndterbart hvis man skal ha dette kryptert når man holder på å jobbe med det. Kryptering er blitt gjort til det store sikkerhetsspørsmålet i Stortinget, sånn opplever jeg det, med tanke på den store oppmerksomheten dette har fått. Man må jo se på dette som ett av

flere tiltak. Det er veldig viktig å se på hvordan sikkerheten er ivaretatt når det gjelder tilgangskontroll og adgangskontroll. Hvilke opplysninger skal den enkelte ha tilgang til generelt? – Nå snakker jeg generelt om helseregistre. Det som er viktig her, er at den totale pakken og hele strukturen i helsearkivet, måten det er etablert på, måten det er innrettet på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

Forslagsstillerne mener at dagens markedsreguleringssystem gir markedsaktørene TINE, Nortura og Norske Felleskjøp muligheter til å utnytte markedsreguleringen til egen fordel så lenge markedsregulator også er en kommersiell aktør i markedet. Forslagsstillerne mener videre at dette motvirker reell konkurranse ved omsetning av landbruksprodukter og matvarer, og de ønsker gjennom sitt forslag å stille alle aktører likt i dette markedet. For å oppnå dette ønsker de å overføre markedsregulatorfunksjonen fra TINE, Nortura og Norske Felleskjøp til Statens landbruksforvaltning som et uavhengig organ. Forslagsstillerne ber også om at regjeringen foretar en gjennomgang av markedsreguleringsordningene for å evaluere hvordan disse innvirker på alle aktører i verdikjeden, og at regjeringen kommer med endringsforslag som skal sikre lik konkurranse. Et flertall bestående av alle partier utenom Fremskrittspartiet viser til at det i jordbruksavtalen er fastsatt at TINE, Nortura og Norske Felleskjøp skal være markedsregulatorer for henholdsvis melk, kjøtt/egg og korn. Dette skal sikre produsenter av landbruksprodukter stabil avsetning og stabile priser. Samtidig skal markedsreguleringen sikre stabil forsyning og tilnærmet lik pris til forbrukerne. Det samme flertallet påpeker at det påhviler regulator et betydelig ansvar for å følge med på svingninger i markedet, slik at markedet balanserer og forbrukerne blir betjent på en god måte. Et annet flertall, bestående av SV, Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti, mener at nåværende markedsordninger også framover skal være et sentralt verktøy i landbrukspolitikken. Dette flertallet vil videreføre ansvars- og arbeidsfordelingen mellom myndigheter og næring når det gjelder finansiering, styring og drifting av markedsordningene. Videre mener dette flertallet at Omsetningsrådet med sin kontrollvirksomhet og fastsettelse av rammer for markedsregulatorenes virksomhet sikrer at markedsreguleringen skjer på en måte som påvirker konkurranseforholdene minst mulig. Slik dette flertallet ser det, er markedsregulators ansvar og praksis klart regulert gjennom lov, forskrifter og jordbruksavtalen. På dette grunnlaget foreslår et flertall bestående av SV, Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti at representantforslaget ikke blir bifalt. bifalt. Samvirkemodellen for omsetning av matvarer fra land og hav har sine røtter helt tilbake til 1920-tallet. Etter første verdenskrig falt prisene på landbruksvarer sterkt, samtidig som paripolitikken til Norges Bank skapte deflasjon og økt realverdi på opptatte lån. Resultatet for norsk landbruk ble katastrofalt. På leverandørsiden var det en alles kamp mot alle for å få solgt varene, noe som ytterligere bidro til å presse prisene ned og forsterke krisen for landbruket. Bøndene greide ikke å betjene lånene, og resultatet ble at svært mange gårdsbruk ble solgt på tvangsauksjon. Loven med det gammelmodige navnet som forslagsstillerne henviste til, var myndighetenes tiltak for å få slutt på elendigheten. I 1936 ble lov til å fremja umsetnaden av jordbruksvaror vedtatt. Bøndene fikk statens godkjennelse til å organisere seg i samvirker, og de fikk dermed forutsigbare og stabile rammebetingelser for produksjon og omsetning. Det betydde i sin tur et løft for hele næringen ut av et håpløst økonomisk uføre. Siden da har landbrukssamvirkene og fiskernes salgslag vært selve fundamentet for primærnæringene våre og dermed også en viktig forutsetning for bosetting og verdiskaping ute i Det kan virke besnærende å rive alt dette ned med et pennestrøk for å sikre forbrukerne mat til noe lavere pris. Jeg vil bruke denne anledningen til å understreke at Kristelig Folkeparti ikke kan støtte slike politiske grep. For oss er det viktig å sikre fortsatt bosetting i distriktene og et stabilt og forutsigbart inntektsgrunnlag for norske bønder og fiskere. Tidligere denne uken sa Kristelig Folkeparti klart ifra om at vi fortsatt ønsker at fiskesalgslagene skal være på fiskernes hender. Nå sender vi et like klart signal om at vi fortsatt ønsker landbrukssamvirkene som markedsregulatorer og markedsaktører, for å sikre bøndene skikkelig betaling for produktene sine og for å sikre norske kunder mat av høy kvalitet til en gunstig

året. Slik jeg forstår forslagsstillerne, mener de at regulatorene har mulighet til å utnytte sin posisjon til egen fordel. Regjeringspartienes og Kristelig Folkepartis holdning til disse spørsmålene ble klargjort i behandlingen av landbruksmeldingen, bl.a. gjennom et felles vedtak der vi sa ifra om at vi ville videreføre samvirkets rolle som Vi mener det er en meget hensiktsmessig og kostnadseffektiv ordning. Dette er nærmere omtalt i våre flertallsmerknader til de enkelte sektorer for jordbruksråvarer. Intensjonen med modellen er å sikre avsetning av produkter fra bønder i hele landet til forutsigbare priser og sikre tilgang til norske råvarer for både næringsmiddelindustrien og forbrukerne – til glede for industrien og forbrukerne. Omsetningsloven gir klare rammer for hvordan markedsreguleringen skal foregå, og den hjemler innkreving som kreves inn fra primærprodusenten, og som dekker kostnadene knyttet til tiltakene, for å hindre overskudd i markedet og utjevne sesongmessige svingninger i tilbud og etterspørsel. Det er Omsetningsrådet som er ansvarlig for markedsreguleringen, som krever inn avgiften og har kompetansen til å forvalte disse midlene til reguleringsformål. Det er primærprodusenten som betaler. Rådet krever inn avgiften og forvalter midlene. Av og til kan det høres ut som om det er markedsregulatorene som håndterer dette etter eget forgodtbefinnende. Det er det altså ikke. Men det påhviler regulatoren et stort ansvar med å følge med på svingninger i markedet, slik at dette balanseres og forbrukerne betjenes på en god måte. Vi så sist vinter at dette ikke ble taklet godt nok. Det er ikke godt nok. Det er ikke bra, men jeg er trygg på at det nå er tatt tak for å unngå uheldige episoder for ettertiden. Jeg mener at dette systemet er tilrettelagt slik at kompensasjon for å gjennomføre reguleringstiltak bare går til dette og ikke skal komme regulatorens forretningsvirksomhet til gode. Alt dette er det meget grundig redegjort for i statsrådens brev til komiteen. Av innstillingen går det fram at Høyre og Fremskrittspartiet ser behov for en viss markedsregulering. Det er etter mitt syn en altfor defensiv tilnærming til problemstillingen. Markedsreguleringen er et meget viktig tiltak og et helt sentralt virkemiddel for at vi skal kunne ha en velfungerende verdikjede med akseptabel lønnsomhet i hele kjeden. Så sier Høyre og Fremskrittspartiet at markedsreguleringen er et samfunnsoppdrag som må utføres på en konkurransenøytral og kostnadseffektiv måte. Ja, kan man tenke seg en mer kostnadseffektiv markedsregulering enn at primærprodusenten selv bærer kostnadene? I det må det ligge

Fremskrittspartiet er av den oppfatning at dagens markedsreguleringssystem gir markedsregulatorene, TINE, Nortura og Norske Felleskjøp, en mulighet til å utnytte markedsreguleringen til egen fordel så lenge markedsregulator også er en kommersiell aktør i markedet. TINE SA er TINE opererer innenfor alle nivåer av verdikjeden for meieriprodukter, fra innsamling av råmelk fra bonde til kjøp og salg av de fleste typer meieriprodukter. Flere av de konkurrerende meieriprodusentene er avhengige av å kjøpe råvarer fra konkurrenten TINE. I 2004 ble det foretatt en deling av TINEs råvarehåndtering og industrivirksomhet. Det er TINE Råvare som har ansvaret for innsamling av råmelk fra melkeprodusentene og sørger for leveranser til industrien på ikke-diskriminerende vilkår. Konkurransesituasjonen innenfor meierisektoren er svak, med TINE SA som en Konkurransesituasjonen innenfor meierisektoren er svak, med TINE SA som en dominerende aktør i samtlige kjerneområder i meieriproduksjonen. For å skape en virksom konkurranse i meierisektoren er det nødvendig at aktører får kjøpe leveranser av råmelk på like markedsmessige vilkår som TINEs egen foredlingsbedrift. Et alternativ som vil fjerne mye av problemet med konkurransevridning, er et fullstendig skille mellom TINE Dette vil fjerne TINE-konsernets incentiver og muligheter til å kryssubsidiere mellom råvare- og industrimarkedet. Dagens ordning med et administrativt og regnskapsmessig skille er ikke tilstrekkelig for å få til mer like konkurranseforhold mellom foredlingsaktørene. En mellomløsning som i stor grad vil løse konkurransevridningsproblemene, er å skape både et juridisk og reelt eierskille mellom markedsregulatoren og TINE Industri. Det vil også fjerne TINEs incentiver til å kryssubsidiere mellom råvare- og industrimarkedet. Nortura er markedsregulator i egg- og kjøttsektoren. Nortura hadde i 2010 65 pst. av eggmarkedet, 50 pst. av fjørfemarkedet, 30 pst. av markedet for ferskt/bearbeidet kjøtt og 70 pst. av markedet for kjøttvarer med høy bearbeidingsgrad, som pølser og pålegg. Vi mener at det er på tide å få gjort noe med konkurransevridningsproblemene mellom Nortura og slik at man i framtiden unngår det samfunnsøkonomiske tapet denne konkurransebegrensningen gir. En mellomløsning som i stor grad vil løse konkurransevridningsproblemet, er også å skape et juridisk skille mellom markedsregulator og Nortura. Dette kan gjøres ved at dagens markedsreguleringsoppgaver som Nortura i dag gjør, skilles ut i et eget selskap som eies og drives av det offentlige, eller at reguleringsoppgavene overføres til Statens landbruksforvaltning. Jeg vil også minne om at

Fremskrittspartiet mener at det er nødvendig med en viss regulering av markedsbalansen for jordbruksprodukter, men jeg vil også understreke at markedsreguleringen slik den i dag er innrettet, er konkurransevridende mellom aktørene i foredlingssektoren ved at den er tillagt bare en av aktørene, nemlig samvirket. Dagens markedsreguleringsordning kan gi forvalterne av reguleringsordningen et annet innsyn i markedet enn andre ved at de kan opptre både som kommersiell aktør og som regulator. Det betyr bl.a. at styret i de store samvirkeforetakene, som også er forretningsmessig ansvarlig for resultatene, kan ha et unikt innsyn i markedsutsiktene og balansen, samtidig som de har myndighet til tidsmessig og strategisk å velge reguleringsstrategier og reguleringstiltak. Vi vil understreke at markedsreguleringen er et samfunnsoppdrag hvor utvelgelsen til å utføre oppdraget må baseres mer på et kostnadseffektivt og konkurransenøytralt standpunkt enn på hvem som er eiere av det selskapet som skal utføre oppdraget. Vi konstaterer også at dagens ordning gir et ulikt konkurranseforhold mellom markedsaktørene, noe som kan medføre en konkurransevridning, som til slutt kan gå ut over pris og tilbud til forbrukerne. Fremskrittspartiet er av den formening at markedsreguleringen bør utøves av en uavhengig regulator, og at det derfor i første omgang bør nedsettes et uavhengig utvalg som kan gjennomgå de forskjellige reguleringsordninger, deres finansiering og funksjoner og fremme forslag

til. Bare noen få bemerkninger, særlig til Arne L. Haugens innlegg, for det forklarer også litt vår posisjon. Når Haugen og Arbeiderpartiet sier at dette handler om hvordan markedsregulering skal foregå, og hvem som skal gjøre det, har jeg ofte et inntrykk av at det handler mest om det siste og mindre om det første, altså hvem som skal gjøre det. Det er jo det som ligger til grunn for vårt forslag, nemlig å gå inn og se på hvordan dette virker, om det er riktig i markedet, og om aktørene er tjent med dette. Så påstår også Haugen, at vi har sagt at dette gir dagens forvaltere av markedsreguleringen et annet innsyn. Det sier vi ikke, det står i merknadene her at det «kan gi» forvalterne et annet innsyn. Det er hele saken, det at man er usikker på om det kan gi noen et annet innsyn i markedsutsiktene og i markedsbalansen, samtidig som man både tidsmessig og strategisk har muligheten til å velge reguleringsstrategier og reguleringstiltak – selvsagt til beste for det man er satt til å forvalte, men kanskje også med et sideblikk på hvordan det slår ut for ens egen virksomhet. Så er det ikke slik at opposisjonen er helt uformuende i å forstå hvordan dette fungerer. Vi er klar over at bøndene betaler dette, vi er klar over at det er regulert av Omsetningsrådet. Vi er også klar over hvem som bestemmer i Omsetningsrådet. Så spør Haugen til slutt, nokså sangvinsk – dette er ikke noen kritikk av Haugens innlegg, men det passet så godt med mitt eget innlegg å kommentere disse sakene som han tok opp han tok opp – kan man tenke seg noe mer rasjonelt enn at landbruket selv regulerer dette? Nei, kanskje ikke, men det vet vi ikke. Det er nettopp derfor vi har fremmet dette forslaget, der vi ønsker en gjennomgang av hvordan disse reguleringsordningene fungerer for hele verdikjeden, og at man eventuelt fremmer forslag til endringer som tar hensyn til forbrukerne til å fremme lik konkurranse og motvirke ulike maktforhold mellom aktørene i næringen. Det er et poeng – og det er jeg helt enig med Arne L. Haugen i – at vi har hatt smørkriser, vi har hatt oppregulering av melkekvoter i vinter på grunn av mangel på melk. Nå meldes det at markedsregulator igjen ønsker å få ingenting imot det, men det sier meg én ting, og det er at det blir stadig mer uoversiktlig i dette markedet. Man greier bare å se noen måneder frem, så må det nye tiltak til. Da kan jo spørsmålet f.eks. være: Har vi går inn og ser på de mer fundamentale, underliggende forhold i markedet, ikke bare den melken som skal komme om litt? Hva kommer til å skje på ganske lang sikt? Slike ting kunne komme frem hvis vi fikk en slik gjennomgang som vi spør om. Det ville være, tror jeg, noe som også regjeringen ville være tjent med. Kanskje fikk vi de svarene som regjeringen ønsker, kanskje fikk vi noe annet, og så var man ferdig med den diskusjonen. Nå hviler det en usikkerhet rundt dette. Jeg tror ikke vi har sett det siste av usikkerheter fra markedsreguleringen. Det vil komme mer, og vårt forslag, som nå blir nedstemt, tror jeg vil bli ganske aktualisert etter hvert som tiden går.

går. Jeg vil innledningsvis understreke at markedsreguleringsrollen er klart regulert av Omsetningsrådet og gjennom jordbruksavtalen. Reguleringstiltakene og bruken av midler til disse er kontrollert av Statens landbruksforvaltning som sekretariat for rådet. Jordbruket bærer selv det økonomiske ansvaret for overproduksjon og finansierer selv markedsreguleringen gjennom Relativt små overskudd av jordbruksprodukter kan gi stor reduksjon i pris, og da til et nivå langt under de målprisene Stortinget har fastsatt. Overskudd av jordbruksvarer kan også utløse behov for å kreve inn økt omsetningsavgift fra produsentene. Når jordbruket bærer det økonomiske ansvaret ved overproduksjon, må næringen også ha virkemidler som kan balansere markedet. Å ha dette ansvaret gir jordbruket et sterkt incentiv til å holde markedene i balanse. I dagens markedsregulering balanseres markedene gjennom å påvirke omfanget av både produksjon og etterspørsel. Dette gjør markedsregulatorene ved å sette inn tiltak for å justere produksjonen og tilpasse prisene til produsent og engrosmarkedet. Pristilpasningen gjennomføres med grunnlag i løpende Dermed kan man redusere faren for at det oppstår store vareoverskudd, og med det oppnå vesentlig mindre risiko for pristap og høye reguleringskostnader. For at markedsregulator slik skal kunne påvirke prisfastsettingen, må også markedsregulator være en del av varestrømmen for de aktuelle produktene. Å legge markedsreguleringsansvaret til f.eks. Statens landbruksforvaltning vil derfor ikke gi en bedre løsning enn den vi har i dag. dag. Det er viktig å understreke at markedsregulering ikke kun er passivt å ta imot overskuddsvare og legge dette inn på lager, noe som vil gi en svært kostbar regulering. Jeg vil i den sammenheng peke på erfaringene fra EU, hvor myndighetene for flere produksjonssektorer i lang tid garanterte en minstepris. Det systemet ga store vareoverskudd på myndighetenes hånd med store Et slikt system mener jeg sterkt at vi ikke er tjent med. Det er et system som ligner på det representantene Bredvold, Nesvik og Trældal foreslår. Også Høyre og Fremskrittspartiet mener at vi trenger en viss regulering av markedsbalansen. Men dersom nåværende regulering fjernes, mener Høyre og Fremskrittspartiet da at vi skal

forskriftsfestet at landbrukssamvirkene har opplysningsplikt om all informasjon de erverver i kraft av reguleringsansvaret, og jeg har ikke registrert mye støy om etterlevingen av den bestemmelsen. Faktisk er det slik at andre aktørers innsikt kan bli større enn den ville vært uten de store aktørenes opplysningsplikt. For øvrig kan jeg konstatere at et eventuelt forslag om å avvikle markedsreguleringen, vil kunne gå hånd i hånd med at Høyre og Fremskrittspartiet går bort fra målet om landbruk over hele landet, siden også mottaksplikten, som sikrer avsetning for jordbruksvarer over hele landet, må avvikles dersom dagens markedsregulering oppheves. Regjeringen ser på markedsreguleringen som et bærende element i norsk landbrukspolitikk for at jordbruket skal oppnå avtalte priser, for å stabilisere markedet for jordbruksprodukter og for å bidra til et landbruk over hele landet. Det er klart at dagens organisering gir aktørene ulike roller men la det være klart at jeg forutsetter at reguleringen skal virke konkurransenøytralt på industrileddet, alle samvirkenes rettigheter og plikter sett under ett, mottaks-, forsynings- og informasjonsplikten. Meg bekjent har ingen gjennomgang konkludert med at slik konkurransevridning foreligger. Det blir replikkordskifte.

at man gir noen rett til å øke kvoten, mens andre ikke får det? Kan statsråden garantere at vi får nok melk i landet? La meg først få understreke at det spørsmålet som representanten Trældal her stiller, ikke har med markedsreguleringen å gjøre, men det har med kvoteordningene å gjøre. Når det gjelder spørsmålet om å øke kvotene, er det TINE som har foreslått det, og det skal vurderes og bestemmes litt senere. Konklusjonen på det vil bli kjent senere denne måneden. Når det gjelder spørsmålet om kvotenivå, er reglene slik at enkeltbruk har en maksimal kvote på 400 000 liter, samdriftsbrukene har en maksimal kvote på 750 000 liter. Jeg forutsetter selvsagt at det uavhengig av eventuelle endringer i spørsmålet om å øke kvotene for å dekke behovet i markedet. Hvis man skulle gjøre endringer på det, må det være i samråd med næringens organisasjoner. Utover det er det TINE, som er markedsregulator, som har ansvaret for å sørge for at vi har nok melk, og at vi gjennomfører tiltak som sørger for det. Jeg vil tilbake til det jeg

et system som gjør at noen får, mens andre ikke får. De store brukene får altså ikke muligheten til å få inn mer inntekter, men de små brukene får øke sine inntekter. Dette er helt urettferdig. Spørsmålet som jeg igjen stiller statsråden, er: Når man har problemer med å få inn melk, og TINE sier de mangler 30 millioner liter melk, hvordan klarer man å få nok melk hvis man ikke lar de store, som har volumet, være med og løfte? Som sagt – dette har ingenting med markedsregulering å

gjentar han det som han sa i innlegget sitt: Markedsreguleringen er regulert av Omsetningsrådet og gjennom jordbruksavtalen osv. Dette har vi hørt veldig mange ganger, og det er vi veldig klar over. Men mener statsråden, på alvor, at dette er reguleringer, forskrifter og lover som overhodet ikke kan endres på, hvis det skulle bli aktuelt? Eller at det i hvert fall tar like lang tid som å endre på Grunnloven her i huset? La meg være den første til å si at jeg har hørt at partiet Høyre ved representanten Flåtten har sagt at vi ønsker å undersøke denne saken og se om det finnes alternative løsninger – så er det også sagt fra min side. Det er selvsagt også slik at forskrifter og regelverk som er i

TINE er en dominerende markedsaktør. Både innen ost og smør har de en markedsandel på over 50 pst. Det spørsmålet vi må interessere oss for, er om landbruksmyndighetene gjennom de fullmaktene de gir TINE, opprettholder og utbygger TINEs markedsdominans. Konkurrentene har i hvert fall ikke tillit til at regulatorrollen holdes atskilt fra TINEs andre, og mer kommersielle, interesser. Da mener jeg at Stortinget bør ha en plikt til å overveie andre organisasjonsformer enn dagens, interesser. Da mener jeg at Stortinget bør ha en plikt til å overveie andre organisasjonsformer enn dagens, som er egnet til å utbre mistillit til systemet. Selv om det var slik at denne mistilliten skulle være fullstendig ubegrunnet, er det et selvstendig poeng å velge en robust organisering som nettopp kan underbygge tilliten til at de beslutninger som tas når det gjelder markedsregulering, helt ut Etter mitt syn må systemet legges om slik at markedsreguleringen skjer etter armlengdes avstand-prinsippet. Reguleringene må være transparente, og konkurrentene må gis rimelig innsyn. I dag er det slik at TINE bestemmer prisen på melk til sine konkurrenter. TINE innkalkulerer en avkastning av egenkapital i prisgrunnlaget for den prisen som de forlanger av konkurrerende, private leverandører. Det er rett og slett ikke rettferdig, og det gir ikke like konkurransebetingelser. I sitt brev til komiteen, på s. 6 første spalte i innstillingen hvor statsråden går mer inn på forsvaret for markedsreguleringer generelt, sier han noe interessant: «Jeg vil videre understreke at reguleringstiltakene er noe som hele bransjen nyter godt av, både for produsentnivå og for senere ledd i matkjeden. Dette gjennom større grad av stabilitet og forutsigbarhet i markedet, som gjør det mulig å drive planmessig omsetning av varer, med minst mulig ekstrakostnader.» Det er jo mange bransjer som kunne tenke seg forutsigbare priser, bare de var høye nok, og at man kunne planlegge sin markedsinnsats og slippe disse fluktuasjonene som markedet ofte gir. Det jeg kunne tenke meg å stille statsråden et spørsmål om, Hvorfor gjelder denne logikken landbruket og ikke dem som produserer f.eks. sko, penner, vesker eller sykler? Jeg ønsker å kommentere det som statsråden sier. Han sier at det er

om man er avhengig av en regulator eller ikke. Det gir de andre aktørene, de private aktørene, en mulighet på lik linje med de andre. Men de har en ulempe, bl.a. når man har underproduksjon. Når man har underproduksjon på kjøtt, må man importere kjøtt. Og da kan Nortura sitte i markedet og bare ta seg av norsk kjøtt, mens de andre private aktørene må ta importert kjøtt til en pris

Så her leverer markedsregulatoren noe som ikke er bra, og som går ut over de andre. Så litt tilbake til dette med kvoter, som man henger seg opp i, og det spørsmålet som statsråden ikke svarte meg på. Det kan jo ikke være rett at man skal slippe til 95 pst., mens 5 pst. ikke får. Men det står helt i stil med den politikken som drives av regjeringen, for i dag er det altså kun 14 pst. som lever av landbruk,

regjering. Det viser jo at politikken har spilt fallitt. Det er én næring som ikke er regulert, og det er pelsdyrnæringen, og det er den mest lønnsomme næringen nå. Den tjener mest penger, og den er ikke regulert. Det representanten Tetzschner tar opp, er

gangen var preget av uro, konflikt og rettssaker gjennom flere år, noe som var uheldig for alle aktører. Det ble da innført flere konkurransepolitiske tiltak i prisutjevningsordningen for melk, som bl.a. innebar differensierte avgifter for ulike aktører på området, der TINE er en dominerende aktør. Det ble endring i særskilt distribusjonstilskudd til Q-Meieriene, og det ble en videreføring av særskilt kapitalgodtgjørelse til Q-Meieriene. Etter de endringene som ble gjennomført 1. juli 2007, har konfliktnivået blitt redusert, og aktørene i prisutjevningsordningen har sluttet opp om endringene som ble foretatt. Det skal være en evaluering av denne konkurransepolitiske situasjonen nå i 2012. Det er Statens landbruksforvaltning, som er ansvarlig forvaltningsorgan for denne ordningen, som også har fått ansvaret for å gjennomføre evalueringen. SLF skal også som referansegruppe i arbeidet. Der er alle aktører representert. Konkurransetilsynet skal også være med i referansegruppen. I mandatet heter det at SLF skal evaluere de konkurransepolitiske tiltakene i prisutjevningsordningen for melk for å sikre en virksom konkurranse. Grunnlaget for evalueringen er de forutsetningene som lå til grunn ved endringene i 2007. I utviklingstrekkene i markedet, vurdere effektene av tiltakene som ble gjort, samt vurdere behov for og eventuelt foreslå endringer. Så vi gjennomfører en evaluering av en betydelig endring som ble gjennomført i 2007. Den skal være nå, og aktørene skal selv få være med i evalueringen. Vi er opptatt av den konkurransepolitiske situasjonen, og vi er opptatt av at dette skal fungere etter forutsetningene, noe som gjør at en skal skille mellom industri og råvarer, og en skal la alle aktører ha

forslag. Det er forslag nr. 1, fra Laila Marie Reiertsen på vegne av Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti forslag nr. 2, fra Laila Marie Reiertsen på vegne av Fremskrittspartiet og Høyre forslagene nr. 3–5, fra Laila Marie Reiertsen på vegne av Fremskrittspartiet forslagene nr. 6–9, fra Trine Skei Grande på vegne av Venstre Det voteres

Ny § 14-12 b punkt 4, Ny § 14-12 c. Fremskrittspartiet, Høyre og Venstre har varslet at de vil stemme imot. Kristelig Folkeparti